Mats Kirkebirkeland og for Telemark fylke Hanne Thürmer, innkalles for å møte i permisjonstiden. Mats Kirkebirkeland og Hanne Thürmer er til stede og vil ta sete. Den vanlige fremgangsmåten ved Stortingets konstituering er at etter at fullmaktene er godkjent, valg av presidenter og sekretærer. Fungerende president refererer forretningsordenens § 6 andre og tredje ledd, som lyder: «Ved det første valget av Stortingets president og visepresidenter i valgperioden foregår avstemningene ved sedler uten underskrift. Ved senere valg i samme valgperiode foregår avstemningene etter § 60 første ledd bokstav a, med mindre vilkårene for avstemning ved sedler uten underskrift i § 60 første ledd bokstav d er oppfylt. Ved valg av presidenter og sekretærer kreves vanlig flertall, dvs. over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnår ingen av kandidatene slikt flertall ved første valg eller ved fritt omvalg, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har fått størst stemmetall, jf. § 61 annet ledd.» Det skal først velges president i Stortinget. Valget foregår altså ved skriftlig votering. Det foregår ved at representantene skriver ett navn på de utlagte stemmesedler og går frem og legger disse i en av de to stemmeurnene som er plassert foran presidentens bord. Fungerende president ber om forslag på Stortingets president Olemic Thommessen. Olemic Thommessen er foreslått valgt til Stortingets president. Foreligger det andre forslag?

Det er en fin tradisjon i Stortinget at nasjonalforsamlingen stiller seg bak stortingspresidenten og presidentskapet. Det har vært Arbeiderpartiets holdning til i dag, og det vil være det også i denne perioden. I perioder hvor vår side har vært i mindretall, har vi støttet den kandidaten som samler flertall, slik vi har erfart at mindretallet har støttet vår kandidat når vi har vært i flertall. Helt grunnleggende for denne tradisjonen har vært at kandidaten framstår som samlende. Etter den samstemte og kraftige kritikken som framkom mot presidentskapet rett før sommeren, hadde det vært en anledning for flertallet til å fremme en samlende kandidat til stortingspresident. Det kom mange oppfordringer fra mange hold, både fra flertallet og fra mindretallet, om å gjøre nettopp det. Partiet Høyre valgte å overhøre disse stemmene. Det er på denne bakgrunn, som er uvanlig, og knyttet til situasjonen som er oppstått ved denne konstitueringen, at Arbeiderpartiet velger å fremme Eva Kristin Hansen som kandidat til stortingspresident. Eva Kristin Hansen er en meget kvalifisert kandidat. Hun er en erfaren parlamentariker med evne og vilje til å opptre samlende og vil bli en god president for hele Stortinget. Da er Eva Kristin Hansen fremmet som kandidat. Foreligger det andre forslag? – Så synes ikke. Ønsker noen andre

Vi står i dag overfor en uvanlig situasjon når det gjelder konstitueringen av Stortinget. Ikke på flere tiår har vi vært i en lignende situasjon. Den ekstraordinære situasjonen har sin bakgrunn i en nokså uvanlig forhistorie og flere store saker som Stortinget drøftet så sent som for fire måneder siden. Dette er ikke tidspunktet for å gå i dybden på noe av innholdet i disse sakene. bare konstatere at Senterpartiet mener det samme om disse sakene som det vi gjorde i forrige sesjon. Senterpartiet konstaterer at Høyre kunne ha fått full oppslutning i Stortinget i dag dersom de hadde lansert en kandidat som ville virket samlende på hele Stortinget. Det har dessverre ikke skjedd. Ansvaret for det ligger hos de partiene som samlet danner flertallsgrupperingen i konstitueringen av Stortinget. På vegne av Senterpartiet er det viktig for meg å understreke at dette ikke handler om personen Olemic Thommessen. Det handler om rollen som stortingspresident og måten som rollen har vært utøvd på, og det handler også om forholdet mellom presidentskapet og Stortinget. Senterpartiet ser på det som positivt at Arbeiderpartiet har lansert en kandidat til vervet som stortingspresident, og vi ønsker å støtte denne kandidaten. Jeg anbefaler derfor Senterpartiets stortingsgruppe å stemme for representanten Eva Kristin Hansen som ny stortingspresident. Audun Lysbakken

Det er en uvanlig situasjon vi står i, uten en samlende kandidat til presidentvervet. Det er trist, fordi det er en god tradisjon at Stortinget samler seg om valg av presidenten. Presidenten skal være en tillitsvalgt for oss alle, legge til rette for samarbeidet i Stortinget og sånn sett representere alle partigruppene. Med det flertallet stortingsvalget ga, har SVs gruppe vært innstilt på å stemme for en president fra Høyre. Det er ene og alene Høyres ansvar at det ikke blir på den måten. Det ville ikke vært noe problem for Høyre å fremme en samlende kandidat i dag. Ved å fremme en kandidat som de vet ikke er samlende, tvinges det fram en votering og en situasjon hvor den nye presidenten bare vil ha et knapt flertall bak seg. Det er en dårlig start for det nye stortinget, og det vitner om en maktarroganse hos ledelsen i Høyre som valgresultatet og den parlamentariske situasjonen ikke gir noe grunnlag for. Jeg har ikke noe ønske om å rippe opp i saken som gjorde at SV før sommeren stemte for mistillit mot presidenten. Jeg vil også understreke at dette for del ikke handler om representanten Olemic Thommessen. Han har gjort mye godt arbeid i sin tid som president, og blir han valgt, skal vi samarbeide med ham etter beste evne. Men det handler om at det er kort tid siden Stortinget sto samlet om en skarp kritikk, som burde få følger for det valget vi skal ta i dag. Jeg synes det er trist ved det som pleier å være et samlende punkt for Stortinget. Men det er de borgerlige partiene som selv har skapt den situasjonen. Jeg vil anbefale SVs gruppe å stemme for Eva Kristin Hansen som president. Er det flere som ønsker ordet? – Så synes ikke. Det foreligger to forslag, Olemic Thommessen og Eva Kristin Hansen. Det vil da

ta

fra

Valget hadde dette resultatet: Det ble avgitt totalt 169 stemmer. Til Stortingets president ble valgt Olemic Thommessen med 86 stemmer. 80 stemmer ble avgitt til Eva Kristin Hansen. 3 stemmesedler var blanke. Presidenten ber om forslag på Stortingets første visepresident . Jeg foreslår Eva Kristin Hansen. Eva Kristin Hansen er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Det foretas skriftlig avstemning. Valget hadde dette resultatet: Det ble avgitt totalt 169 stemmer. Til

Valget hadde dette resultatet: Det ble avgitt totalt 169 stemmer. Til Stortingets første visepresident ble valgt Eva Kristin Hansen med 147 stemmer. 22 stemmesedler var blanke. Presidenten ber da om forslag på Stortingets andre visepresident. Morten Wold er foreslått valgt til Stortingets andre visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Det foretas skriftlig avstemning. Valget hadde dette resultatet: Det

Har alle avgitt stemme? Da er voteringen avsluttet. Stemmesedlene vil etter vanlig praksis bli opptalt etter møtet, og

Valget hadde dette resultatet: Det ble avgitt totalt 169 stemmer. Til Stortingets andre visepresident ble valgt Morten Wold med 159 stemmer. For en ikke foreslått kandidat ble det avgitt 1 stemme. 9 stemmesedler var blanke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets tredje Magne Rommetveit . Magne Rommetveit er foreslått valgt til Stortingets tredje visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Det foretas skriftlig avstemning. Valget hadde dette resultatet: Det

Har alle avgitt stemme?

Valget hadde dette resultatet: Det ble avgitt totalt 169 stemmer. Til Stortingets tredje visepresident ble valgt Magne Rommetveit med 158 stemmer. For en ikke foreslått kandidat ble det avgitt 1 stemme. 10 stemmesedler var blanke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident Nils T. Bjørke . Nils T. Bjørke er foreslått valgt til Stortingets fjerde visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Det foretas skriftlig

Har alle avgitt stemme? Da er voteringen avsluttet. Stemmesedlene vil etter vanlig praksis bli opptalt etter møtet, og

president

Til Stortingets fjerde visepresident ble valgt Nils T. Bjørke med 157 stemmer. For en ikke foreslått kandidat ble det avgitt 2 stemmer. 10 stemmesedler var blanke. Presidenten ber så om forslag til Stortingets femte visepresident

er Abid Q. Raja . Abid Q. Raja er foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Det foretas skriftlig

Valget hadde dette resultat: Det ble avgitt totalt 169 stemmer. Til Stortingets femte visepresident ble valgt Abid Q. Raja med 135 stemmer. For en ikke foreslått kandidat ble det avgitt 1 stemme. 33 stemmesedler var blanke. Det skal så velges sekretær og visesekretær i Stortinget. Dersom det fremsettes bare ett forslag ved hvert av disse valgene, vil presidenten foreslå at avstemningen foregår på vanlig måte. Fremsettes det derimot flere forslag, vil det måtte benyttes skriftlig avstemning. Presidenten ber om forslag på sekretær . Jeg foreslår Runar Sjåstad . Runar Sjåstad er foreslått som sekretær. – Andre forslag foreligger ikke. Det voteres på vanlig måte. Runar Sjåstad er dermed valgt til Stortingets sekretær. Presidenten ber så om forslag på visesekretær . Jeg foreslår Ingjerd Schou . Ingjerd Schou er foreslått som Presidenten ber så om forslag på visesekretær . Jeg foreslår Ingjerd Schou . Ingjerd Schou er foreslått som visesekretær. – Andre forslag foreligger ikke. Det voteres på vanlig måte. Ingjerd Schou er dermed valgt til Stortingets visesekretær. Norges 162. storting erklæres herved for lovlig konstituert. Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef. – Det anses vedtatt. Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontalen og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet og anser denne bemyndigelse for gitt. Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på syv representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning – og anser også denne bemyndigelse for gitt. Som deputasjon oppnevnes representantene Trygve Slagsvold Vedum, leder, Nils Kristen Sandtrøen, Kristian Tonning Riise, Magne Rommetveit, Emilie Enger Mehl, Karin Andersen og Ove Trellevik. Det er på representantenes plasser i salen omdelt en fortegnelse over de foreslåtte medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen, og presidenten ber representantene om å benytte denne fortegnelsen som stemmeseddel og legge den i den store kassen foran podiet her.

Har alle avgitt stemme? Da er voteringen avsluttet. Stemmesedlene vil etter vanlig praksis bli opptalt etter møtet, og resultatet av valget blir referert i et senere stortingsmøte. I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Oslo biskop innbudt Stortingets representanter til gudstjeneste i Oslo domkirke mandag 9. oktober Ønsker noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.